som føreslo ei felles parkeringsordning. Så viste det seg nok i ettertid at det var behov for ytterlegare arbeid. Difor har me hatt ei arbeidsgruppe til, det er jo vanskelege avvegingar som skal gjerast. Til det

meg som saksordførar. Det eg opplever at komiteen er veldig einig om, er to ting. Det eine er at ein stiller seg open for ei differensiering av parkeringsavgiftene. Det andre er at ein meiner at dagens regime ikkje er godt nok, og at det må jobbast med det. Kva er da grunngivinga for at me ikkje stiller oss bak forslaga? Det utfordra Tybring-Gjedde meg på. For berre å vere kort her: Dersom me ser på forslag nr. 1, står det der at bota skal aukast proporsjonalt etter kor lang tid kjøretøyet har stått parkert over tida. I innlegget sitt seier Tybring-Gjedde at det bør vere eit maksimalnivå på det, men dét blir altså ikkje teke med i forslaget. Eg opplever ikkje at dette forslaget er godt nok gjennomarbeidd til å vere med på. forslaget står, og slik eventuelt departementet kunne tolke det, kunne det blitt mange titals tusen dersom bilen har stått litt for lenge. Dersom me ser på forslag nr. 2, står det der at dersom regelverket og parkeringsreglane er «svakt angitt», skal det ikkje skrivast ut maksimal bot. Dersom det er slik at det er for dårleg merka, for lite synleg, bør ein vel ikkje gi bot i det heile, vil vere mi tenking om dette. Men eg ønskjer ikkje å ta ein debatt rundt dette. Det er heilskapen i dette. Eg opplever at komiteen synest at dette forslaget har vore viktig. Det har gitt Stortinget ein god debatt, og nettopp når det gjeld heilskapen her, er komiteen einig om to ting: Me ønskjer ei differensiering – me ser fram til det – og me meiner at dagens regime ikkje er godt nok.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

som svenske myndigheiter ser på som transittrafikk, kan dermed bli overvakt med heimel i FRA-lova. 1. oktober i år blir lova utvida, slik at Säkerhetspolisen og Rikskriminalpolisen kan bli gitt tilgang til informasjon som er innhenta av Försvarets radioanstalt, FRA. Det er denne utvidinga av lova som har aktualisert saka, og dette er ein del av bakgrunnen for representantforslaget frå Framstegspartiet. I ein rapport frå 2008 konkluderer Datatilsynet med at FRA-lova har konsekvensar for det norske personvernet. Tilsynet meiner lova potensielt kan ha ein dempande effekt på frimodigheita og dermed på ytringsfridomen i Svenske myndigheiter har gitt klart uttrykk for at FRA-lova ikkje har som hovudformål å overvake norske borgarar. Men eg er einig med Samferdselsdepartementet i at det er ein uheldig situasjon at elektronisk kommunikasjon frå norske borgarar faktisk kan bli gjenstand for overvaking. Derfor er det viktig at kontakten med myndigheitene i Sverige slik departementet har lova ifølgje ei nyheitssak på departementets eigne nettsider. Komitéinnstillinga må tolkast som eit uttrykk for – iallfall gjer eg det – at regjeringspartia deler opposisjonens bekymring, og det at norske myndigheiter har kontakt med svenske myndigheiter om saka, understrekar jo nettopp alvoret. Men regjeringa foreslår at forslaget ikkje blir vedteke, og eg reknar med at regjeringspartia sjølve vil utdjupe sitt syn. Når Høgre og Kristeleg Folkeparti foreslår at dokumentet blir vedlagt protokollen, er det i alle fall for Kristeleg Folkepartis del fordi vi støttar substansen i forslaget, men det er ingen grunn til å slå inn opne dører her. Vi at regjeringa held trykket oppe i saka. Dermed er det altså to forslag i saka. Det eine er frå Framstegspartiet, som ber om at saka om nødvendig blir bringa inn for EU-domstolen, og det er forslaget frå Høgre og Kristeleg Folkeparti om at dette blir vedlagt protokollen. Eg vel da å fremje forslaget frå Høgre og

til. Det er ikke vanskelig å se at det er diskuterbare sider ved den svenske FRA-loven. Det er også bakgrunnen for at det har vært særdeles tøffe og krevende debatter i Sverige om denne lovgivningen, og den borgerlige regjeringen har måttet tåle mye kritikk for lovforslaget. Socialdemokraterna i Sverige har likevel inngått et forlik med regjeringen, bl.a. for å styrke personvernsiden i loven. Som forslagsstillerne påpeker, har FRA-loven også konsekvenser for norske nettbrukere. Siden nesten alle linjer fra Norge til utlandet går gjennom Sverige, betyr det at FRA-lovgivningen slår inn når vi besøker utenlandske nettsider og ringer utenlandssamtaler. Dette er for øvrig ikke unikt for denne saken. En side ved datalagringsdirektivet og lovgivningen som følger av denne – men som ble lite diskutert er at ens datatrafikk allerede kan bli lagret i andre land i henhold til direktivet dersom en f.eks. bruker nettoperatører som lagrer trafikken i land der direktivet allerede er implementert, som det er i de fleste av våre europeiske naboland. Dette er konsekvensen av at vi lever i en global verden, og at nettrafikken kjenner ingen grenser. Da blir det også opp til enkeltland å bestemme hvilke reguleringer som skal gjøres gjeldende. Forslagsstillerne ønsker at norske myndigheter skal ta opp FRA-loven med svenske myndigheter. Her slår forslagsstillerne inn åpne dører, for dette har allerede skjedd. Det har vært kontakt mellom norske og svenske myndigheter om saken, noe det bl.a. ble redegjort for i Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger, som ble behandlet i Stortinget 13. desember 2010. Forslagsstillerne ønsker videre at norske myndigheter om nødvendig skal bringe saken inn for EU-domstolen. Til det er det å si at Sverige trolig har rett til å innføre et slikt regelverk, begrunnet i å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er grenser for hva Norge kan gjøre for å påvirke et slikt lovverk. Det er også lite som taler for at virksomheter som reguleres av FRA-loven, kan sies å falle innenfor det som reguleres av EUs fellesskapsregler. Det er snakk om lovgivning som har til hensikt å ivareta svenske nasjonale sikkerhetsinteresser, og dette regnes normalt som nasjonalt anliggende. Av denne grunn finner vi ikke forslaget om å vurdere å bringe spørsmålet inn for EU-domstolen særlig relevant. Dette er den politiske begrunnelsen for at flertallet i denne saken, de rød-grønne partiene, foreslo å avvise saken og foreslår overfor Stortinget at saken ikke vedtas. Jeg har merket meg at dette har falt enkelte fremskrittspartirepresentanter tungt for brystet, men vi understreker at vi konstitusjonelt er i vår fulle rett til å gjøre det. Jeg vil vise til Stortingets forretningsordens § 29, som sier: «Når et representantforslag er sendt til en komité, avgir komiteen innstilling om det til Stortinget. Hvis komiteen finner at forslaget helt eller delvis bør imøtekommes og at saken egner seg for avgjørelse i bør realitetsinnstilling avgis etter at statsråden har hatt anledning til å uttale seg. Finner komiteen det utvilsomt at forslaget ikke fortjener Stortingets tilslutning, bør den uten videre fremme innstilling om at forslaget ikke bifalles.» Flertallet i denne sak, de rød-grønne partiene, støtter ikke Fremskrittspartiets forslag, og er følgelig av den formening at Dokument 8-forslaget ikke skal vedtas. Jeg har også merket meg at selv om Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å vedlegge Dokument 8:56 protokollen, støtter heller ikke disse partiene Fremskrittspartiets enkeltforslag. Jeg må også si at jeg synes ikke det tjener Stortinget til ære når representanter fra et parti går ut og beskylder representanter fra andre partier for å ønske mindre demokrati og åpenhet når de har fulgt Stortingets forretningsorden til punkt og prikke. Mindretallet har rettigheter – det understreker også jeg – men det er også en del av demokratiet at et flertall kan stemme ned forslag fremmet av et mindretall, og det er en del av Stortingets forretningsorden at forslag som ikke får Stortingets, altså flertallets, tilslutning, uten videre kan foreslås ikke bifalt. Det var fantastisk bra at jeg fikk ordet etter foregående representant, fra Arbeiderpartiet. For det er sånn i

av enkeltmenneskets personvern og synes det er helt greit å drive massiv overvåkning, jf. det nye datalagringsdirektivet. Og tydeligvis er det helt i orden at svenske myndigheter driver aktiv overvåkning og har mulighet for aktiv overvåkning – ikke bare hvor man sender e-post, og hvem man har sendt e-post til, men faktisk også kan gå inn og se på e-postens innhold. Det er et ganske stort inngrep i stort inngrep i privatlivets sfære, og ikke minst i forhold til personvernet. Jeg synes også det er ganske interessant å høre på både komitéleder Hareide og representanten Bjørnflaten, som viser til at det har vært en kjempekontakt mellom norske og svenske myndigheter. Vi har stilt spørsmål. Når vi ikke fikk muligheten i komiteen, er det faktisk sånn at i forbindelse med revidert statsbudsjett har man mulighet til å stille spørsmål. spørsmål. Da har jeg lyst til å sitere hva spørsmålet og svaret var. Det gjelder spørsmål 37 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. mai til finansministeren, og da videre til samferdselsministeren. Spørsmålet var: «I hvilken grad har regjeringen hatt kontakt med svenske myndigheter når det gjelder FRA-loven og utvidelsen av denne?» Spørsmålet har vært forelagt Samferdselsdepartementet, som har gitt følgende svar: «Det har ikke vært» – jeg gjentar – «Det har ikke vært formell kontakt mellom norske og svenske myndigheter om det foreliggende forslaget om utvidelse av FRA-loven . I forbindelse med innføring av eksisterende FRA-lov i Sverige ble det i januar 2009 ved Den norske ambassaden i Stockholm gjennomført et møte mellom representanter for norsk og svensk embetsverk. Her redegjorde den norske delegasjonen for den oppmerksomhet saken hadde fått i Norge og fremførte de norske myndighetenes bekymringer i sakens anledning. Fra svensk side ble det redegjort grundig for det politiske grunnlaget for loven, de underliggende behovene og de ytterligere begrensinger som på det tidspunktet skulle tas inn i loven.» Etter at svenske myndigheter har fattet ny beslutning om å utvide muligheten til at også politiet skal kunne gå inn og få disse opplysningene av rikspolitiet og sikkerhetsmyndighetene i Sverige, har det altså ikke vært noen formell kontakt mellom norske og svenske myndigheter. Jeg håper virkelig

lovverket. Så har jeg lyst til å minne om: Det er ganske vesentlig at svenske borgere har fått et helt annet vern enn norske borgere når det gjelder FRA-loven. Det er altså muligheter for å overvåke norske borgere på en helt annen måte enn svenske innbyggere. Jeg synes ikke man bør være bekjent av det. Jeg synes også det er trist når representanten Langeland uttaler at dette etter hans mening er noe Stortinget ikke har noe med. Hvis ikke det øverste folkevalgte organet i dette landet har myndighet og mulighet til å si til regjeringen at dette bør dere faktisk begynne å gjøre noe med, fordi det handler om enkeltmenneskers personvern i dette landet, lurer jeg på hvem som skal gjøre det. Jeg håper virkelig at man nå tar personvernet til enkeltmennesker i Norge på alvor. Det er mange som har tatt opp denne den ligger i Den europeiske menneskerettighetskommisjon, den er fortsatt ikke ferdigbehandlet. Men det handler om personvernet til alle innbyggerne i Norge. Når vi vet at det meste av Internett-trafikken går via Sverige, betyr det at man åpner for at svenske myndigheter skal ha full mulighet til massiv overvåkning av norske innbyggere og det man sender av innhold i e-poster. Jeg vil veldig gjerne – og håper – at statsråden kan bekrefte det svaret vi har fått fra Samferdselsdepartementet, at det ikke har vært noe annen kontakt enn på kan bekrefte det svaret vi har fått fra Samferdselsdepartementet, at det ikke har vært noe annen kontakt enn på embetsmannsnivå, og tydeligvis ikke så høyt heller, siden 2009, første gang det var snakk om at Försvaret skulle få disse mulighetene. Presidenten har overvåket innlegget til representanten Bård Hoksrud, men har ikke registrert at Hoksrud har framsatt forslaget. Ønsker Hoksrud å Da er det godt at presidenten driver med overvåkning! Og da er forslaget framsatt. Innledningsvis har jeg lyst til å minne om at FRA-loven som vi her snakker om, er en svensk lovgivning, og til dem som er veldig opptatt av forkortelser, kan jeg si at FRA står for Försvarets radioanstalt, står for Försvarets radioanstalt, og Försvarets radioanstalt får etter den svenske lovgivningen anledning til å spane på all kabelbåren trafikk, som det heter i forklaringen til forkortelsen. Saksordføreren har redegjort grundig for saken og også begrunnelsen for forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Jeg skal nøye meg med å synliggjøre Vi er kjent med at det er kontakt mellom norske og svenske myndigheter i denne saken. Nå ble det i foregående innlegg sådd tvil om det, og jeg regner med at statsråden kan oppklare den situasjonen, fordi dette er viktige opplysninger også for Høyre. For oss er det viktig å understreke at det er hensiktsmessig at norske myndigheter gjennom regulære samarbeidskanaler holder seg fortløpende informert om svenske myndigheters praktisering av denne loven, og at Stortinget også blir orientert om eventuelle forhold av vesentlig betydning. Høyre er også kjent med at Post- og teletilsynet og Datatilsynet i 2008 gjorde en vurdering av den svenske FRA-loven og dens betydning for norske borgere. Spørsmålet var i hvilken grad loven ville føre til registrering av innholdet i norske borgeres elektroniske kommunikasjon når denne passerer grensen til Sverige. Vi har merket oss at rapportene fra de to tilsynene viste at elektronisk kommunikasjon mellom Norge og utlandet i hovedsak krysser grensen til Sverige, og at kommunikasjonen i denne forbindelse vil kunne registreres i medhold av nettopp den svenske FRA-loven. I noen tilfeller vil også elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge også elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge kunne finne veien via Sverige og følgelig bli gjenstand for mulig registrering. Det er viktig av hensyn til personvernet at personvernet blir ivaretatt når folk bruker elektronisk kommunikasjon, og det gjør vi i stadig større grad. Datatilsynet konkluderer med at FRA-loven har virkninger for personvernet, og at den potensielt vil kunne ha en dempende effekt også på den potensielt vil kunne ha en dempende effekt også på frimodigheten og dermed også ytringsfriheten, som vi legger til grunn som en verdi i vårt samfunn. Sett fra Høyres side er vi kjent med at det er kontakt mellom norske og svenske myndigheter i denne saken, og vi vil oppfordre til systematisk og god myndighetsdialog. Det er viktig og nødvendig at Stortinget holdes orientert på egnet måte, fordi sakens karakter gjør det nødvendig med tett kontakt nettopp mellom norske og svenske myndigheter. Jeg regner med at statsråden vil redegjøre for den lille usikkerhet som nå ble skapt om denne nødvendige kontakten, og at det i lys av personvernet og selve sakens alvorlighet blir oppklart av statsråden. Forslaget er tatt opp tidligere.

og framført bekymringar om mogleg verknad for norske borgarar. Svenske styresmakter har vist ei viss forståing for dette, dei meiner at norske styresmakter og borgarar ikkje bør vera uroa, men har elles ikkje funne grunn til å gjera noko med lova. I samtalane med Sverige meinte norske styresmakter at elektronisk kommunikasjon som tek vegen via Sverige, men som skal til andre land, såkalla transittrafikk, ikkje burde vera interessant for svenske styresmakter og gjenstand for mogleg kontroll. Svenske styresmakter er ikkje samde i det. Dei var klåre på at høvet til å overvaka slik trafikk var like viktig av omsyn til svenske tryggleiksinteresser som trafikk til eller frå Sverige.

kunne ikkje Sverige gå inn på ei eiga løysing for Noreg. Dei peika òg på at dei ikkje ville vera i stand til å skilja mellom transittrafikk frå Noreg og trafikk mellom dei to nabolanda. Det er grenser for kva norske styresmakter kan gjera med saka utover det som allereie er gjort. Det er over tre år sidan FRA-lova vart vedteken, og ho har no vore praktisert i meir enn to år. Eg er skeptisk til FRA-lova, men meiner at vi må festa lit til kontrollsystemet som svenske styresmakter har etablert. Likeins bør vi òg ha tillit til den svenske domstolen, som vurderer om signalspaning skal kunna nyttast. Vi må leggja til grunn at domstolen handsamar søknadene i tråd med føringane om at signalspaning berre skal tillatast når den naudsynte informasjonen ikkje kan skaffast på ein mindre inngripande måte. Mange andre land enn Sverige nyttar seg av signalspaning og har meir eller mindre klåre reglar for dette. Det er ei kjensgjerning at vi ikkje har nokon garanti for at den elektroniske kommunikasjonen vår ikkje blir kontrollert av styresmakter i andre land, når informasjonen blir overført i nett utanfor Noregs grenser. Delar av den elektroniske kommunikasjonen mellom norske borgarar internt i Noreg kan tidvis bli ruta via Sverige, slik at også noko av norsk innanrikskommunikasjon potensielt kan bli gjenstand for overvaking. Eg har etter den første kontakten med svenske styresmakter brukt mest tid på denne problemstillinga, då dette er noko vi enklare kan få gjort noko med. Ekomlova er no under revisjon, og i den høyringa som har vore, vart det føreslått at teleselskapa ikkje skal ha å ruta sin trafikk via Sverige utan at abonnentane uttrykkeleg blir gjorde merksame på dette. Eg tek sikte på å fremja eit slikt pålegg gjennom å føreslå dei naudsynte endringane i ekomlova for Stortinget til hausten. Så har det vorte reist eit spørsmål no om eit svar som er gjeve til Framstegspartiet i samband med revidert nasjonalbudsjett. Det svaret gjeld den utvidinga som no blir drøfta i Sverige av FRA-lova. Til denne siste utvidinga har det ikkje vore kontakt mellom norske og svenske styresmakter, men frå før har vi sjølve sendt ut melding, frå Samferdselsdepartementet, om den kontakten som har vore, og det er meldt til Stortinget gjennom Datatilsynet si årsmelding. Det blir replikkordskifte. Jeg har lyst til å utfordre ministeren litt videre, for

og kan statsråden sørge for at komiteen får all dokumentasjon på den kontakten og dialogen som har vært? For det er alvorlig for personvernet til enkeltmennesker i Norge at man kan bli utsatt for total overvåking av innholdet i det man sender på e-post. Til den kontakten som har vore, så er det slik at vi på ei rekkje nordiske ministermøte og andre møte der vi drøftar ulike tema, utan at vi kvar gong melder vidare til Stortinget det vi har snakka om. Det ville, trur eg, òg vera nokså uhandterleg både for dei ulike departementa og for Stortinget. Det konkrete spørsmålet som vart stilt i samband med revidert nasjonalbudsjett, gjaldt ikkje, slik eg forstår det, den lova som vart innført i Sverige årsskiftet 2008/2009. Det den lova som vart innført i Sverige årsskiftet 2008/2009. Det gjaldt den utvidinga av lova som blir drøfta akkurat i desse dagar, og som det elles er brei einigheit om. Jeg synes det var klargjørende opplysninger fra samferdselsministeren – det har vært kontakt, men ikke annet enn sporadisk, og man har ikke fått til forandringer. Tvert imot føres det videre argumenter for at svenskene er i sin fulle rett til å spane på norske internettbrukeres bevegelser på nettet. Det må jo bety at den politiske ledelsen slår seg til ro med at norske borgere fra må akseptere at signaler kan spanes på fra myndigheter som ikke er norske, valgte myndigheter, men tilhører et annet land. Mitt spørsmål er om statsråden før denne ikrafttredelsen kan tenke seg å ta nye politiske initiativ overfor svenske myndigheter og vurdere avbøtende tiltak av mer teknisk karakter for å sikre norske internettbrukeres privatliv.

vidare den uroa som eg har registrert her. Det er – det vil eg understreka – ei uro som eg sjølv har frå før, men som vi har hatt få moglegheiter til å gjera noko med. Eg skal treffa den svenske ministeren allereie neste veke, og eg skal ta ein fyrste kontakt om det då. Eg skal vere veldig kort, for det det var nettopp det som representanten Tetzschner tok opp, eg også var oppteken av. Det har vore ein god dialog, men så blir altså lova utvida frå 1. oktober i år, og da kan både Säkerhetspolisen og Rikskriminalpolisen få tilgang til informasjon som er innhenta av Försvarets radioanstalt. Da kan vi nesten berre få bekrefta at statsråden vil ta opp dette med kollegaen sin, som ho treffer i neste veke. På det er svaret ja. Eg skal òg sørgja for at det embetsverket som frå før er langt meir inne i dei tekniske detaljane når det gjeld dette, enn eg er, òg tek kontakt i den samanhengen og vidarefører den dialogen som dei har hatt frå

hvor man øver vold mot det som var et hellig prinsipp da vi diskuterte datalagringsdirektivet. Der trøstet tilhengerne – og i og for seg andre også – seg med at det i hvert fall gikk en grense ved innholdsspaning. Men det er jo det som nå rent praktisk kan skje, nemlig at det ved grensekryssende trafikk er muligheter for myndigheter som ikke står under demokratisk herredømme i Norge, til å spane, slik at man kan risikere at norske borgeres atferd på Internett innholdsmessig også blir blottlagt. Det er en ganske alvorlig dimensjon, som på sett og vis er alvorligere enn datalagringsdirektivet, gitt at man da holdt seg innenfor den grensen at man ikke var interessert i innholdet i kommunikasjonen. Når svenskene sier at denne loven ikke er rettet mot borgere i andre land, er det delvis riktig, for den gjelder all grensekryssende trafikk, den er ikke spesielt rettet mot Norge. Opprinnelig var også lovforslaget slik at det skulle kunne åpne for spaning på kommunikasjon internt i Sverige, men etter en større debatt om FRA-loven enn den de hadde om datalagringsdirektivet, fikk den svenske personvernopinionen presset frem at kommunikasjon mellom svensker i hvert fall ikke skulle kunne spanes på. Da kan man jo stille spørsmålet om man i denne sammenhengen kunne se på Norge og Sverige som ett dataområde, slik at man, når man ikke interesserer seg for kommunikasjonen mellom Dalarna og Skåne, kunne tenke seg at man heller ikke interesserte seg for kommunikasjonen mellom Rogaland og Skåne. Rent teknisk må det være mulig å finne frem til løsninger hvis politikerne vil. Derfor har jeg også notert meg at statsråden vil innta en noe mer fremoverlent holdning i disse spørsmålene i møte med sine svenske

personvern. Jeg har lyst til å lese hva spørsmålet som ble stilt, var: I hvilken grad har regjeringen hatt kontakt med svenske myndigheter når det gjelder FRA-loven og utvidelse av denne? Når statsråden i stad sa at hun tolket hva som har skjedd etter 2009,

fordi hun er enig i at dette ikke er bra for norske borgere. Men jeg synes det er for passivt at statsråden i tillegg hele tiden skylder på at dette er nasjonalt lovverk i Sverige. Hele poenget for Fremskrittspartiet og grunnen til at vi ber statsråden om å ha en mye mer offensiv holdning og være mye opptatt av dette, er at vi må prøve å påvirke svenske myndigheter – på samme måte som innbyggerne i Sverige har påvirket svenske myndigheter til å endre regelverket og lovverket der

at vi får en oversikt over hva statsråden har gjort i denne saken. Jeg vil også oppfordre statsråden til å lese innlegget til Jon Wessel-Aas om at svensk overvåkning er krenkende for norske borgeres menneskerettigheter, og den klagen som også er sendt til Europarådets menneskerettighetsdomstol. Jeg håper statsråden leser dette og kommer mer offensivt på banen for å ivareta personvernet til norske innbyggere. Jeg synes det er trist at man har gjort så lite for å hindre den massive muligheten som svenske myndigheter har fått til faktisk å gå inn i innhold på internettrafikken til norske borgere. Jeg håper at statsråden kommer tilbake og sørger for at vi får vite om alt som er gjort i denne saken, og for å få se hvor offensivt det har vært. vært. Som sagt: Vi har opplevd at representanter her har sagt at dette burde ikke Stortinget blande seg opp i. Jeg synes definitivt at dette er noe Stortinget burde blande seg opp i og faktisk burde kunne instruere regjeringen til å følge opp, for å ivareta norske innbyggeres rettigheter og personvern. Det er

saken møtes på her i Stortinget, og om den aktiviteten i saken som gjelder svenske myndigheter som statsråden nå har forsøkt å redegjøre for. Dette reiser mange spørsmål, og et av dem man kan stille, er om man bevisst ønsker å underkommunisere denne problemstillingen. Men den er der, og den kom da loven først kom i Sverige, og den får en ny dreining når loven utvides. Begge forhold er tatt opp i Fremskrittspartiets Dokument 8-forslag, og den får en ny omdreining når loven utvides, altså senere i 2012. Det bringer en ny dimensjon inn i personverndiskusjonen. Vi tar dessverre et nytt steg mot mindre personvern. Fra det vi gjorde da vi innførte datalagringsdirektivet, tar vi et nytt steg ut i det utrygge, og det skjer i vårt naboland. Den tilbakemeldingen vi får derfra, er at svenske myndigheter antakelig har lyttet vennlig til oss, men sagt at de bryr seg lite, og lite vil bli gjort. Da er det litt betryggende at statsråden nå forsikrer oss om at hun skal holde mer trykk enn det lille trykket vi kan avlese at har vært,

så var det en konsekvens at da ble ikke saken behandlet i sin fulle bredde. Jeg må si at når vi hører at det har vært ett møte på embetsnivå mellom norske og svenske myndigheter over flere år,

både til datalagringsdirektivet og FRA-loven i Sverige, men samtidig ikke ønsker en åpen og full behandling av saken i komiteen. Da undres jeg over hva som faktisk skjer. Det er

Det er altså slik at FRA-lova har til hensikt å sikra svenske tryggleiksinteresser. Det blir rekna som ei nasjonal sak, som ikkje blir regulert av fellesskapsretten. Difor er det etter mi vurdering ikkje særleg relevant å bringa FRA-lova inn for EU-domstolen. Men lat meg no understreka, for det fyrste, at frå svensk side er det altså understreka at det må finnast ein god grunn for å gjera slik kontroll, og at Försvarsunderrättelsedomstolen må ha gjeve ei rettsavgjerd som tillèt eit slikt tiltak. For det andre skal altså domstolen behandla eventuelle søknader i tråd med føringane om at signalspaning berre skal tillatast når den nødvendige informasjonen ikkje kan skaffast på ein mindre inngripande måte. For det kan skaffast på ein mindre inngripande måte. For det tredje har eg allereie referert at vi både har uformell og formell dialog, og det er difor vi har vist til dette eine møtet, formelt, på embetsmannsnivå. No har

SAR tilbyr allerede tollfri markedsadgang for alle typer varer, og frihandelsavtalen sikrer at denne praksisen videreføres. I 2010 var varehandelen mellom EFTA-statene og Hongkong SAR på en verdi av 8,3 mrd. USD. Handelen har stadig økt – med 11 pst. årlig siden 2000. Handelen mellom Norge og Hongkong var i 2011 på hele 2,4 Den viktigste eksportvaren for Norge er fisk – nærmere bestemt laks og ørret. Vi har en avtale om nulltoll på import til Hongkong SAR på alle sjømatprodukter fra Norge. Avtalen med Hongkong SAR er den første avtalen EFTA har framforhandlet, med utgangspunkt i modellkapitlet om handel og bærekraftig utvikling,

direkte koblinger mellom frihandelsavtalen og sideavtalen. I frihandelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene bl.a. sitt engasjement og sin respekt for menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, demokrati, bedrifters samfunnsansvar, åpenhet, god offentlig styring og arbeid mot korrupsjon. Ettersom frihandelsavtalen krever bevilgningsvedtak og anses være av særlig viktighet, skal Stortinget samtykke i Jeg legger med dette fram en enstemmig tilråding på vegne av komiteen. Jeg vil slutte opp om det saksordføreren sa i

næringsliv. Samhandlingen med Hongkong er på ca. 2,4 mrd. kr. Av dette er den norske eksporten til Hongkong på 1,4 mrd. kr, så det er ikke den aller største handelspartneren vår. Men det er en viktig handelspartner. Det som på mange måter er det mest imponerende med denne avtalen – der forhandlingene for øvrig er ført av EFTA-landet Sveits tiden man har klart å få dette til på. Man startet forhandlingene 1. januar 2010, og man hadde sluttforhandlet avtalen 4. mars 2011. Så er spørsmålet: Hvor har ting blitt av underveis, i og med at vi nå skriver 31. mai 2012 før vi har den til endelig behandling i Stortinget? Det kan man jo bare spekulere i. Men jeg kunne ha tenkt meg å utfordre statsråden, ikke nødvendigvis på denne avtalen, men på en avtale som gang på gang har vært tatt opp i denne sal, og som vi enda ikke har ratifisert. Så jeg kunne godt tenke meg at statsråden sier noen få ord om hvor Colombia-avtalen står. Det er en annen handelsavtale som er framforhandlet, som man har skrevet under, men som man ikke har statsråden bare kan si litt om det, så benytter jeg denne anledningen til å stille spørsmål om en annen handelsavtale – hvis statsråden kan tenke seg å gjøre det. La meg først si at jeg setter pris på

Fastlands-Kina, hvor veksten fortsetter å være stor, og hvor vi vet at den økonomiske tyngden i framtiden kommer til å ligge i større grad enn i dag. Vi vet også at slike handelsavtaler bidrar til forutsigbarhet for norske bedrifter, og er det én ting man trenger når man skal gjøre investeringer og satse i andre land, er det å vite hva rammebetingelsene blir over lang tid.

men hvor det er direkte koblinger mellom frihandelsavtalen og denne avtalen. Vi jobber aktivt med mange handelsavtaler for øyeblikket. Det er riktig at avtalen med Colombia ligger klar. Samtidig vet vi at menneskerettighetssituasjonen, og situasjonen for tillitsvalgte og fagbevegelse i Colombia, er svært kritisk. Vi har sagt tidligere – og jeg kan gjenta det her at vi arbeider med å prøve å få til en bilateral avtale med Colombia om disse spørsmålene, og på bakgrunn av det også ratifisere handelsavtalen. Vi vet at USA har fått til lignende ting med Colombia. Sveits har også en egen bilateral avtale mot Colombia, og det er det vi ønsker å få til også fra norsk side. Så det er dialog mellom Norge og Colombia rundt dette, og la meg si det sånn: Det står ikke på oss å få dette ferdigstilt og på plass slik at vi raskest mulig kan ratifisere avtalen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og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

men også for eksisterende bedrifter generelt, og særlig små og mellomstore bedrifter. Finanskrisen har nok noe av skylden for at vi har sett denne reduksjonen, men det har også det generelle klimaet. NHOs økonomibarometer i dag viser tydelig todelingen i norsk økonomi og hvor tungt det er for som sliter med manglende vekst – selvsagt som en følge av vårt høye kostnadsnivå. Når Høyre ikke stemmer for dette forslaget, er det på bakgrunn av at vi mener mangelen på nyetableringer og vekstbedrifter har mange og komplekse årsaker, ikke bare kapitalmangel. Skatte- og avgiftsnivået har betydning, ikke minst for å kunne drive videre i etteretableringsfasen. Forenkling og avbyråkratisering av prosesser rundt etablering er viktig. Forskjellsbehandlingen mellom enkeltmannsselskaper og aksjeselskaper er et annet tema, og vi har allerede en del ordninger, ikke minst innenfor Innovasjon Norge, men også SkatteFUNN-ordningen. Når det gjelder Innovasjon Norge, behandler komiteen nå parallelt en evaluering, og det er utvilsomt at vi også er forpliktet til å finne ut om vi bruker de allerede eksisterende midler og ordninger på en måte som får god nok effekt for vekstbedriftene. De landsdekkende såkornfondene er aktuelle. De omtales av statsråden i et svar til komiteen. Der har det en periode vært tørke. Regjeringen har endelig kommet på banen i revidert nasjonalbudsjett, men det vil ta tid før dette vil virke. De skal notifiseres til ESA på den ene siden. Det skal velges ut forvaltere og skaffes investorer på den andre siden. Da vil det også vise seg hvorvidt de nye og endrede betingelsene vil være gode nok for å tiltrekke seg den private kapitalen. Så skriver statsråden også i sitt brev til komiteen at han er engstelig for rettighetsbaserte ordninger. Jeg er enig med ham i at det er økonomisk uoversiktlig, og at man bør være rimelig sikker på resultatene og på hva det koster når det gjelder den typen ordninger – for det er jo det som foreslås av Venstre. Men SkatteFUNN f.eks., som Bondevik-regjeringen innførte, har vist seg som en ordning som fungerer resultatmessig godt. Når det gjelder rettighetsbaserte ordninger som fungerer for næringslivet, har Høyre stor tro på å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Reduksjoner og fjerning av formuesskatten totalt vil være en veldig god rettighetsbasert ordning som vi har sans for. Det har jeg forresten forstått at også statsråden har, selv om han ønsker å kompensere inntektsbortfallet med noe annet. Så deler jeg statsrådens bekymring over at en slik ordning som den foreslåtte, kan komme til å skattesubsidiere og gi bedre finansiering til dårlig utviklede prosjekter, eller prosjekter som ikke er «gode nok», som Men her må det legges til at det vil jo da bety at også private investorer har båret en andel av et tap, og at statsrådens synspunkt også da bør forlenges inn mot den direkte statlige subsidieringen. Det er jo ikke noe bedre å tape den skattesubsidierte delen enn det er å tape det som direkte settes inn gjennom f.eks. ordninger i Innovasjon Norge og de tiltakene som ligger der. Vi bør i det hele tatt være nokså omhyggelige med hvordan vi bruker skattebetalernes penger, enten det er på den ene eller den andre måten – også når vi bruker dem i den gode hensikt å fremme næringslivet. Det bør være mest mulig målbart. Økt tilgang på kapital er viktig, både privat kapital og fremmedkapital, men alt bør ses i en sammenheng. Vi har fremmet forslag gjennom hele perioden om å lette belastningen på arbeidsplasser og investorer gjennom lettelser i beskatningen. Vi kommer til å prioritere de forslag vi allerede har foreslått, og andre tiltak som vi har forpliktet oss til, når vi går inn i 2013-budsjettet. Når det er sagt, vil vi selvsagt se med stor velvilje på alle forslag som kan stimulere til etablering, innovasjon og ny vekst. I denne omgang ønsker vi ikke å forplikte oss ved å stemme for forslaget, men fremmer i stedet et forslag om at det vedlegges protokollen – hvilket herved er opptatt. Representanten Svein Flåtten har tatt opp det forslaget han refererte til. til. Framleggsstillaren til dette private framlegget ønskjer ein næringskultur og rammevilkår som stimulerer til verdiskapande entreprenørskap, og eit mangfald av innovasjonar som banar veg for at stadig fleire norske bedrifter vil lykkast i ei open og dynamisk verd. Intensjonen i framlegget er vi nok samde om alle her i salen i dag. Men derimot om den føreslåtte medisinen er riktig, riktig, er det slett ikkje semje om. Det er ingen tvil om at næringskomiteen er oppteken av innovasjon og entreprenørskap. Alle sakene frå regjeringa på området og alle private framlegg viser det til fulle. Når framlegget ikkje får støtte frå ein samla komité, er det bl.a. fordi fleirtalet finn det vanskeleg å sjå at ei rettigheitsbasert ordning er rett veg å gå. Det er berre Framstegspartiet som har gått inn og støtta denne linja. Når vi raud-grøne ikkje ønskjer at framlegget skal vedtakast, går det nettopp på at ei utfordring med rettigheitsbaserte ordningar er at dei kan verte svært dyre, og at mange av prosjekta som vert finansierte, uansett ville vorte gjennomførte. Vi raud-grøne meiner at langsiktige og føreseielege rammevilkår og trygg økonomisk styring er dei viktigaste berebjelkane for å skapa og halda ved lag arbeidsplassar. Det faktum at det er skapt nær 300 000 nye arbeidsplassar sidan 2005, av desse 200 000 i privat sektor, og at Noreg ligg heilt på topp når det gjeld å halda arbeidsløysa låg, syner at regjeringa sin politikk verkar. Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet er opptekne av å stimulera til entreprenørskap og framvekst av vekstbedrifter. Dette er viktig for å sikra framtidig verdiskaping, gode arbeidsplassar og framtidig velferd. Gode og føreseielege rammevilkår, bl.a. eit enkelt, oversiktleg regelverk, gode system for rapportering, føreseielege skatte- og avgiftsnivå og tilgang til kompetent arbeidskraft, er viktige faktorar her. Dette er faktorar det kontinuerleg vert jobba med å betra. Både SIVA og Innovasjon Norge har ordningar for å stimulera til entreprenørskap, ein tilrettelagd infrastruktur og ordningar som etablerartilskot og innovasjonslån. Alle desse ordningane stiller sterke krav til innovasjonshøgd. Vi har no til handsaming i Stortinget stortingsmeldinga om evalueringa av Innovasjon Norge og SIVA. Denne evalueringa er lenge etterspurd av opposisjonen. Målet for meldinga er å leggja til rette for eit offentleg verkemiddelapparat som er tilpassa næringslivet sine behov i åra som kjem. Dagens verkmiddelordningar varetek også omsynet til det private initiativet ved at f.eks. Innovasjon Norge ikkje fullfinansierer prosjekta, men krev at private gründerar eller bankar er med og delar risikoen. Dermed får ein også ekstern vurdering av det enkelte prosjekt. Eg er heilt samd med representanten frå Høgre som seier at ein må vera forsiktig med å kompensera med meir offentleg kapital eller auka grad av skattesubsidiering, viss forklaringa på manglande finansiering er at prosjektet ikkje er godt nok. Temaet opptek oss alle her i næringskomiteen, og vi kjem nok mange gonger også i framtida til å diskutera kva medisin, og i kva mengd, som er best,

er en viktig sak som Fremskrittspartiet synes det er synd og merkelig det ikke kan bli en enstemmig avgjørelse på per i dag. Jeg vil rose Venstre for saken. Norge trenger stadig nye bedrifter som kan skape nye verdier og arbeidsplasser – ikke bare kortvarige bedrifter, men bedrifter som kan utvikle seg videre i lang tid. Dette gjelder også for allerede etablerte bedrifter, som ser men som enten mangler økonomiske midler, eller som trenger hjelp eller bistand på en eller annen måte. Det er riktig at Norge er i verdenstoppen når det gjelder nyetableringer. Men ofte er dette relativt kortvarige etableringer. Det er sikkert mange årsaker til dette, men behovet for bistand i en eller annen form, ofte økonomisk, den er der. Derfor hadde det vært så fint om denne saken hadde fått en avslutning i dag, når ikke bare de på borgerlig side er helt eller delvis positive, men også de som stemmer imot, nemlig Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Det er mange måter å hjelpe nytt norsk næringsliv på og med – i tillegg til kapital. Norge er kjent for alle sine skjemaer og byråkrati, som særlig for nye og små bedrifter legger beslag på mye av deres tid og krefter – noe de heller kunne brukt på bedriftens utvikling og produksjon. Mange statsråder, ja kanskje alle, har sagt at dette skal de ordne. Men reduksjonen innenfor dette området har vel heller vært minimal og til liten hjelp. Et annet viktig moment er det særnorske skatte- og avgiftstrykket vi har. Med et noe lavere og ikke minst smidigere system ville sikkert mange nyetablerte bedrifter klart seg. Det burde f.eks. vært mulig å redusere forskjellen på et enkeltmannsforetak og et aksjeselskap. Fremskrittspartiet mener bestemt at vi gjennom en endring her ville fått flere til å satse på å skape sin egne arbeidsplass, med de positive ringvirkninger dette ville gitt. Det er riktig at både kravet til aksjekapital og kravet til når man må ha revisor, er blitt redusert – og dette er bra. Forslagene er for øvrig gamle forslag fra Fremskrittspartiet. For Fremskrittspartiet er det viktig at støtte- og tilskuddsordninger gjennom f.eks. Innovasjon Norge må være landsdekkende samt basere seg på objektive kriterier for tildeling, hvor det er den gode ideen som vil utløse støtte eller tilskuddsmidler. Tidligere kriterier basert på kjønn, type produkt eller hvor man bor i landet må ikke tillegges betydning. Fremskrittspartiet mener det er viktig at man får et så smidig, effektivt og enkelt virkemiddelsystem som mulig. Det må også vurderes når støtten skal kunne gis, over hvor lang tid, og når eventuell tilbakebetaling skal skje. Dessuten må hjelp nøye vurderes slik at man ikke hjelper én type næring framfor andre næringer, dvs. at man ikke må forfordele noen. Dette vil i så fall ramme næringslivet – i steden for å hjelpe. Norge er et rikt land, og det er mange i Norge som har en formue – stor eller liten – som kunne tenke seg å hjelpe gründere, men skattemessig må det gis en gulrot for at dette skal bli en realitet. Og saken handler mye om dette. Mye av norsk næringsliv er skapt av gründere med stor tro på et produkt eller en type tjeneste som man mener samfunnet trenger – enda kanskje samfunnet har dette fra før. Dette er ekstra tøft for dem som vil prøve seg på et allerede etablert marked. Jeg vil si at f.eks. Bjørn Kjos og Norwegian er i særstilling her. En skal kanskje være forsiktig med å rose noen i en stortingsdebatt, men jeg mener at man trenger flere som ham. Personer som i utgangspunktet har stor tro på sitt produkt, er villig til å ta store sjanser for å lykkes – og ikke bare lykkes, men lykkes enda mer, dvs. vokse og konkurrere med de største. Da er spørsmålet: Hvordan får vi enda flere slike Og hva kan vi politikere gjøre for å bidra til at dette skjer? Fremskrittspartiet mener at forslaget vi fremmer i dag, nettopp er en av flere løsninger på dette, uavhengig av både små og store gründere. Fremskrittspartiet ønsker at vi først stemmer over Fremskrittspartiets forslag, og hvis dette skulle falle, støtter vi subsidiært forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Jeg fremmer herved Fremskrittspartiets forslag. Representanten Per Roar Bredvold har tatt opp det forslaget han refererte til.

at denne utviklingen får fortsette å blomstre. Kristelig Folkeparti mener at verdiskaping er grunnlaget for velferden. Vi trenger bedrifter som skaper verdier, og vi trenger innovative bedrifter. Derfor er jeg skuffet over at ikke regjeringspartiene er mer positive til dette forslaget. Kristelig Folkeparti mener at næringslivet må bygges nedenfra, og at politikernes viktigste rolle er å legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for verdiskaping. På denne måten kan næringslivet gi trygge arbeidsplasser og overskudd til fordeling til viktige fellesskapsgoder. Det er ikke tvil om at manglende kapitaltilgang er et av hindrene for innovasjon – og dermed et hinder for utviklingen i samfunnet. Derfor prioriterer Kristelig Folkeparti i vårt alternative statsbudsjett for 2012 mer midler til innovasjon. Vi økte støtten til innovasjonstiltak gjennom BIA, opprettholdelse av Innovasjon Møbel, forsknings- og teknologiutvikling i havbruksnæringen, verdiskapingstiltak i landbruket og såkornfond for nyinvesteringer – for å nevne noe – slik at nye prosjekter i små og mellomstore bedrifter kan sikres finansiering.

Norge skal være verdens mest innovative land. Da må vi ha et regelverk, et skattesystem og et virkemiddelapparat som legger til rette for innovasjon og nyskaping. Dette vil vi komme tilbake til når behandlingen av stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og SIVA skal debatteres i denne sal.

Bakgrunnen for dette forslaget er at vi ønsker å legge til rette for et mangfoldig og desentralisert næringsliv som genererer verdiskapende innovasjon, og som derigjennom bidrar til økonomisk vekst og velferd. Det er en styrke ved det norske entreprenørskapet at relativt mange nordmenn er gründere og småbedriftseiere. Faktisk har Norge tradisjonelt vært et av de land i den rike delen av verden som har scoret høyest når det gjelder å starte ny virksomhet. Imidlertid viser nye tall at antallet er redusert betydelig de siste årene. Særlig er andelen kvinnelige gründere redusert markant. Noe kan selvfølgelig tilskrives finanskrisen, slik saksordføreren var inne på, men langt fra alt, særlig fordi utviklingen viser en helt annen retning i sammenlignbare land. Forskningssamarbeidet Global Entrepreneurship Monitor kartlegger årlig gründeraktiviteten i en rekke land. Den ferske 2011-rapporten viser at 6,9 pst. av Norges befolkning var involvert i oppstartforsøk eller nye bedrifter i fjor – mot 8,7 pst. i 2008. Norge har i tidligere år ligget på topp tre blant land i sin gruppe av innovasjonsdrevne vestlige økonomier. Bare Island og Australia lå foran Norge i 2010. I 2011 ble imidlertid Norge passert av land som Tsjekkia, Hellas, Irland og Irland og en rekke andre land som er nevnt i representantforslaget. Norge ligger nå nøyaktig på snittet av land i denne kategorien og er rangert som nummer 12 av 23. Som tabellen i representantforslaget viser, er dette en bekymringsfull utvikling, slik Venstre ser det. Norge har fortsatt flere entreprenører i emning i forhold til våre nordiske naboer, men når det gjelder å skape nye lønnsomme produkter og tjenester, har Norge mye å lære. Ifølge den siste utgaven av Innovation Union Scoreboard, som ble offentliggjort 7. februar 2012, ligger Norge på 17. plass – samme plass som i 2010 – og havner nok en gang i kategorien «moderate innovatører». Øverst på tabellen troner Sveits, etterfulgt av Sverige, Danmark, Tyskland og Finland, som alle omtales som «innovasjonsledere». Venstre er særlig opptatt av å legge forholdene til rette for vekstselskaper og selskaper med potensial for vekst. I rekordåret 2008 hadde Norge nesten 5 000 av både gasellebedrifter og vekstbedrifter, mens tallet i 2011 var mer enn halvert. Det er bekymringsfullt. Det betyr at man må fortsette å forenkle gründernes hverdag, gjøre hverdagen deres tryggere, avbyråkratisere og forenkle de offentlige støtteordningene, samt gjøre offentlige virkemidler mer relevante og gründervennlige. Men først og fremst betyr det at man trenger et tydelig løft og profesjonalisering i tilførselen av risikokapital og tilhørende kompetanse for å gi gründerne større mulighet til å lykkes. Det finnes ingen absolutt mangel på kapital i verdens rikeste land – snarere tvert imot. Likevel er risikokapital for gründere og innovasjonsprosjekter en tydelig mangelvare i Norge. Venstre foreslår derfor en kapitalreform for verdiskapende innovasjon og entreprenørskap. Målet er å lette tilgangen til risikokapital for alle gründere, og spesielt for innovative gründere med ideer og konsepter med et stort verdiskapende Dessuten er målet samtidig å legge til rette for enklere og mer tilgang til kompetanse, nettverk, støtte og råd knyttet til kommersialisering av markedsrettede innovasjoner, spesielt gjennom internasjonal satsing. Vi ser for oss to hovedelementer i en slik kapitalreform: Økt tilgang til såkorn- og oppstartskapital for alle gründere – KapitalFUNN og to hovedelementer i en slik kapitalreform: Økt tilgang til såkorn- og oppstartskapital for alle gründere – KapitalFUNN og gründerbørs. Økt tilgang til venturekapital, målrettet for innovative ideer og prosjekter med stort verdiskapende potensial. Målet er å gjøre det vesentlig lettere for gründere å lykkes med innovative satsinger basert på lettere tilgang til risikokapital og Selv om mye går godt i dette landet, og vi ikke trenger å bevege oss langt utover landets grenser før vi ser en helt annen virkelighet, ønsker Venstre å legge bedre til rette for verdiskapende innovasjon som derigjennom bidrar til økonomisk vekst og velferd. Venstre stemmer for det forslaget Fremskrittspartiet fremmet her i stad. Skulle det mot formodning falle, stemmer vi

I tillegg er generelle ordninger som innovasjonslån relevant for gründere med nye ideer. I revidert nasjonalbudsjett for 2012 foreslår regjeringen å opprette inntil seks nye landsdekkende såkornfond. Staten vil delta med inntil 1,5 mrd. kr, og private investorer med tilsvarende. Det vil medføre en samlet kapitaltilførsel på til forvaltning av fond for bedrifter i tidlig fase. Regjeringen har med andre ord mange virkemidler rettet mot bedrifter i en tidlig fase. Dagens ordninger ivaretar også hensynet til det private initiativ, som stortingsrepresentanten er opptatt av. Det gjøres ved at Innovasjon Norge ikke fullfinansierer prosjektene, men krever at private gründere, investorer eller banker er med Det er et viktig prinsipp for å sikre at andre enn Innovasjon Norge og det offentlige går god for prosjektene og er villige til å satse egne penger. Jeg tror også det er viktig for at de involverte skal gjøre sitt ytterste for at prosjektet lykkes. En utfordring med rettighetsbaserte ordninger, er at de kan bli svært dyre for skattebetalerne, uten at det er opplagt at det medfører mange flere innovative nyetableringer enn de som ville ha kommet uten ordningene. I verste fall kan en øvre grense på skattefridrag på 300 000 kr for 50 000 foretak utgjøre 15 mrd. kr i årlige provenytap, uten at det er opplagt at det gir veldig mange flere innovative nyetableringer. Offentlig subsidiering av private investeringer kan også bidra til skattetilpasning. Det er uklart hvordan forslaget vil håndtere gründere som ikke er i skatteposisjon, og hvorvidt det kan favorisere gründere som har en formue å plassere på bekostning av dem som er avhengige av lån, og som dermed ikke vil få tilsvarende skattefradrag. Mer kapital kan løse mange utfordringer, men ikke alle. Representanten er selv inne på det han kaller et paradoks, at det er lite risikovillig kapital tilgjengelig for gründere, selv om det totalt sett ikke er mangel på kapital. Samtidig trekker han fram at mange gründerideer er dårlig Når mange gründerideer er dårlig utviklet, er det kanskje ikke så rart at man sliter med finansiering. I verste fall vil en skattesubsidiering føre til at dårlig utviklede prosjekter får bedre finansiering, uten at kvaliteten i prosjektene dermed blir bedre. For å gjøre det mer attraktivt å bli gründer i Norge må vi være opptatt av å gjøre det lett å starte og å drive virksomhet i Norge. På det området har regjeringen gjort mye. Fra regnskapsåret 2011 kan små aksjeselskap velge bort revisjon av årsregnskapet. Det er et av de største forenklingstiltakene noensinne og innebærer en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de små selskapene. Ved utgangen av 2011 hadde 48 000 aksjeselskaper meldt til Brønnøysundregistrene at de ønsket å benytte seg av denne muligheten. Kravet til minste aksjekapital er redusert fra 100 000 til 30 000 for aksjeselskaper. Aksjekapitalen som skytes inn i aksjeselskapet, skal kunne brukes til å dekke utgiftene ved å stifte aksjeselskapet, som f.eks. ved utgifter til bistand fra advokat og revisor ved stiftelsen. Norske reguleringer av rammevilkår for næringslivet er generelt gode. Senest i dag fikk vi nyheter om at Norge hadde klatret fem plasser på en internasjonal rangering over land som det er godt å drive forretningsvirksomhet i – fra en 13. plass til en 8. plass. Vi hevder oss godt, både sammenliknet med handelspartnere og med konkurrenter. Verdensbanken sammenlikner land langs en rekke indikatorer, hvor næringsvennlig et lands regulering er. Også her gjør Norge det svært godt. Vi skal ikke hvile på laurbærene selv om vi gjør det veldig godt i Norge sammenliknet med samtlige av våre naboland. Vi skal ha ambisiøse mål for nyskaping, for innovasjon, for etablering, for vekst, og også for forenklingsarbeidet og i arbeidet for å bedre forutsetningene for å starte, utvikle og drive forretning i Norge. Den ambisjonen deler regjeringen fullt ut. Det blir replikkordskifte.

begrunnelse og svar på hvorfor såpass mange forsvinner. Det er klart at når såpass mange forsvinner i løpet av en femårsperiode, må det være et eller annet som ikke fungerer. Det kan selvfølgelig være mange ting. Men noe annet som det også er verdt å legge merke til, er at de som overlever, forblir ofte små, de utvikler seg ikke noe særlig videre. Dermed skapes det heller

er et bevis på idérikdom og pågangsvilje, som vi trenger. Det må jo ikke bli slik at det å prøve seg og mislykkes blir oppfattet som noe negativt. Det er jo ofte slik at de som har lyktes med å skape store, vellykkede virksomheter, en del ganger har prøvd seg på ting som ikke ble så vellykket. Men så er det om å gjøre at de som har livets rett, får gode vekstmuligheter. Det gjør vi ikke bare gjennom kapitaltilførsel, gjennom forenkling og gjennom å legge til rette for ulike tilskuddsordninger, men at vi også i en vekstfase nå f.eks. har styrket Investinor med 1,5 mrd. kr, slik at man skal følge de mest vellykkede bedriftene videre.

Nå har statsråden selv fremhevet veldig mye av det som bevilges ellers – gjennom Innovasjon Norge, til tilskudd og kompetansebygging og hva det måtte være. Mener statsråden at vi har et like effektivt innsyn i de bevilgningene, som kan hindre at offentlig kapital, som også er skattebetalernes penger, brukes riktig, og at vi hindrer de dårlige prosjektene – også der – på en tilstrekkelig måte? Når man leser meldingen om Innovasjon Norge, fremgår ikke det veldig klart, egentlig. Jeg tror det er litt viktig å skille disse støtteordningene ut fra hvilken fase bedriften er i. Jeg tror at i en veldig tidlig fase skal terskelen for å få støtte være ganske lav – byråkratiet skal være ganske lite, søknadsskjema og rapportering skal være ganske enkelt, og summene skal være ganske lave, slik at mange får en mulighet. Etter hvert som støttesystemene blir mer avanserte, støttebeløpene blir større og bedriften blir mer moden, tror jeg man skal ha et mer kritisk øye på de støttebeløpene som man gir. et mer kritisk øye på de støttebeløpene som man gir. Et viktig, fundamentalt prinsipp mener jeg er en delt risiko. Når private satser sine egne penger, er sannsynligheten for at dette er noe interessant å gå etter, større enn om det er gratispenger fra staten. Det stimulerer også kanskje til ekstra innsats. Men målet med Innovasjon Norge-meldingen er jo å forenkle både antall støttesystemer, støttesystemet i seg selv og søknads- og rapporteringsprosedyrer.

altså den kvinnelige andelen – skal være på 40 pst. innen 2013. Målet følges opp med en rekke konkrete tiltak. Et av disse tiltakene er å styrke velferdsordningene for selvstendig næringsdrivende, bl.a. rett til svangerskapspenger og foreldrepenger. Det gir økt sosial trygghet, noe som vi vet stimulerer for så vidt både menn og kvinner, men kanskje spesielt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 ga sin tilslutning til forslaget, eller i hvert fall gikk inn for et vedtak om at saken skulle vedlegges protokollen. Jeg skal prøve å begrunne det, men aller først en takk til saksordføreren for et veldig godt og nyansert førsteinnlegg. Det er en klar problemstilling knyttet til det forslaget som er framsatt av Venstre – som det ble sagt her – ved at man står i stor fare for å komme i en situasjon hvor en skattesubsidierer dårlige prosjekter eller dårlige ideer. lyst til å understreke bare veldig kort: Vi er alltid på søken etter gode støtteordninger til de gode ideene. Vi er alltid på søken etter gode ordninger for bedrifter som er små, og som kan ha en vekstkraft i seg. Vi er på søken etter gode ordninger for tilførsel av kapital, sammen med den private, inn mot norsk næringsliv. Derfor har vi i revidert nasjonalbudsjett lagt fram to landsdekkende såkornfond. Så vi er veldig opptatt av det forslaget tar opp i seg som problemstilling, men vi er ikke for løsningene. Da er det galt å vedlegge forslaget protokollen i denne sammenhengen. Men – som jeg understreket: Det er mye som er veldig bra i Norge. Første kvartal 2012 ble det etablert over 7 000 nye aksjeselskap. Da sto det i Finansavisen – det er jo ikke akkurat noen partiavis at Giskes tiltak virker. Det er jo et uttrykk for at det går ganske godt i norsk næringsliv. I disse debattene, hvor vi er på søken etter ytterligere forbedringer, tror jeg vi skal ta med oss at det er særdeles mye som er bra i dette landet når det gjelder mulighetene for både å starte og drive næringsvirksomhet. skal vi si – avvisende vilje til problemstillingene som gjør at regjeringspartiene er kommet til den konklusjon at forslaget ikke bifalles, tvert imot, det er at vi ikke tror på akkurat det tiltaket som er foreslått.

ikke har. Jeg skjønner at Aasland har behov for å lovprise det som foregår i norsk næringsliv – det er det mange grunner til på en del områder – men les også NHOs økonomibarometer i dag som kanskje heller litt malurt i begeret når det gjelder deler av virksomheten. Jeg skulle ønske at man i stedet

så tåler de

og det man

voteres